alle for å delta i Europarådets parlamentariske forsamlings 2013-sesjon, andre del, i Strasbourg fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Tove Linnea Brandvik fra og med 23. april og inntil videre fra representanten Susanne Bratli om studiepermisjon i dagene 23. og 24. april

Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden: For Akershus fylke: Bente Stein Mathisen For Buskerud fylke: Nina Mjøberg For Hedmark fylke: Farahnaz Bahrami For Hordaland fylke: Roald Aga Haug For Nord-Trøndelag fylke: Bård Langsåvold For Østfold fylke: Tage Pettersen Bente Stein Mathisen, Nina Mjøberg, Farahnaz Bahrami, Roald Aga Haug, Bård Langsåvold og Tage Pettersen er til stede og vil ta sete. Presidenten vil foreslå at det velges to settepresidenter for Stortingets møter i inneværende uke – og anser det som vedtatt. Presidenten vil foreslå Sigvald – Andre forslag foreligger ikke, og Sigvald Oppebøen Hansen og Hans Frode Kielland Asmyhr anses enstemmig valgt som settepresidenter for denne ukens møter. Etter ønske fra helse- og omsorgskomiteen vil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

vedtatt. Internasjonale undersøkelser viser at det skjer uheldige hendelser hos omtrent 10 pst. av alle pasienter som blir lagt inn i somatiske sykehus, inkludert både store og små hendelser. Det betyr at den totale risikoen er stor. En rapport utarbeidet av professor Hjort for Sosial- og helsedirektoratet i 2003 viser at det er et betydelig omfang feil

Helse- og omsorgssektoren er spesiell fordi risikoen for en uheldig hendelse er stor på grunn av at den aktiviteten som utføres, i seg selv er risikofull. Dette forsterkes av at det er så mange mennesker som eksponeres for risikoen, og at konsekvensene av feil ofte er store. På tross av denne profilen er det systematiske arbeidet med å sikre kvalitet og redusere risiko Hvis en ser til andre områder i samfunnet, f.eks. transportsektoren og petroleumsvirksomheten, vil en finne et helt annet systematisk arbeid som ligger til grunn for å høyne sikkerheten og redusere faren for feil. Dette gjelder både fra myndighetenes side og fra aktørene, selv om det på disse områdene er lavere risiko for skade og færre personer er eksponert for risikoen. Professor Hjort ga i 2010 sammen med Den norske legeforening igjen ut en bok om samme tema, men da med en samling av pasientfortellinger. I boken skriver forfatteren om hensikten med den siste oppfølgeren: «Jeg føler at denne boken dessverre ikke har klart å skape et gjennombrudd for dette feltet i Etter mitt skjønn ligger Norge langt bak land som det er naturlig å sammenlikne seg med på dette området, særlig Danmark, Sverige og England. Jeg har selvfølgelig gremmet meg over dette, og derfor bestemte jeg meg for å skrive en ny bok som ikke bare skulle henvende seg til tanken og hjernen, men også til følelsene og hjertet.» Det er bra at regjeringen har lagt fram den første helhetlige stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet. Bakgrunnen for dette er den økte oppmerksomheten temaet har fått. Jeg finner i den sammenhengen grunn til å trekke fram innsatsen til Pårørendegruppen – unaturlige dødsfall i norske sykehus. I januar 2010 organiserte pårørende seg som hadde opplevd at en av deres nærmeste hadde dødd som følge av feil i helsetjenesten. De startet et systematisk arbeid med både å fortelle sine historier til mediene og å ha møter med politikere og myndigheter. Dette arbeidet har gitt resultater. Denne gruppen har klart det som også Peter F. Hjort ønsket, nemlig å berøre følelser og hjerte med sine historier, men samtidig har de også kommet med konkrete forslag og politiske løsninger for å hindre at andre skal bli rammet på samme måten som deres familier har blitt. Alle norske sykehus har i 2010 og 2011 kartlagt omfanget av pasientskader. Disse kartleggingene bekrefter at størrelsesordenen på antallet skader er at rundt 16 pst. av alle opphold er forbundet med minst én skade, og at 9 pst. av oppholdene fører til skade som forlenger sykehusoppholdet eller har alvorlige konsekvenser. Pasientsikkerhetskampanjen har trolig allerede gitt resultater. Den øker oppmerksomheten rundt bestemte temaer og fører til konkrete endringer i praksis. Samtidig er det langt igjen til at en systematisk jobber godt nok med disse

gjennomføre en bred utredning om samfunnets oppfølging av alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenesten forslag om lovendring for å styrke pasienter og pårørendes rettsstilling i tilsynssaker gjennomføre et nasjonalt forsøk med kvalitetsbasert finansiering i spesialisthelsetjenesten utvikle og publisere flere kvalitetsindikatorer og utrede etablering av et nasjonalt register for den kommunale helse- og

om en rekke tiltak på dette området. Det ble i 2010 fremmet et nytt forslag, fra Sonja Irene Sjøli og undertegnede, om bedre rettssikkerhet for pasientene. Det ble fra Kristelig Folkeparti og Høyre fremmet et nytt forslag i 2010, om en havarikommisjon. Da dette forslaget skulle behandles i Stortinget, holdt Pårørendegruppen en markering utenfor Stortinget kvelden før, til støtte for forslaget – som ikke fikk flertall. Samme kveld som markeringen ble holdt, uttalte statsministeren og helse- og omsorgsministeren at regjeringen ville sette i gang arbeidet med en egen stortingsmelding. Det er resultatet av det arbeidet vi i dag behandler. Senere har jeg fremmet et forslag om større åpenhet om helsetjenestene på nett og kommet med 16 helhetlige forslag om mer balansert ledelse, endret kultur og mer systematisk arbeid med pasientsikkerhet og kvalitet. I denne saken fremmer Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti fem fellesforslag og Fremskrittspartiet og Høyre ytterligere to forslag. Jeg vil benytte anledningen til å ta opp disse forslagene, som Høyre fremmer sammen med andre i saken. Forslagene innebærer at en stiller et konkret krav til sykehusene om at en skal få til etablering av en

Som en del av det å få en mer balansert ledelse foreslår også disse partiene at vi skal få en årlig melding om pasientsikkerhet og kvalitet til behandling i Stortinget. Denne meldingen skal basere seg på Helsetilsynets nasjonale tilsynsrapporter og pasientombudenes årsrapporter – dette etter modell av den årlige meldingen om på Datatilsynets årsrapport og personvernnemndenes rapporter. Det ville gjort at Stortinget, på samme måte som en hvert år behandler årlige budsjetter for helsetjenesten, hvert år hadde satt av god tid til nettopp å diskutere resultatene av pasientombudenes og Helsetilsynets arbeid. En del av de rapportene som Helsetilsynet legger fram om de nasjonale tilsynene, har en veldig høy kvalitet. De berører vesentlige områder i helsetjenesten vår, og de fortjener å få også den øverste ledelsens oppmerksomhet, både i departementet og i Stortinget, og at det blir en diskusjon om oppfølgingen av dette. En foreslår også å innføre en meldingsordning for kommunehelsetjenesten, slik at en sikrer at en får inn meldinger om uheldige hendelser og farer, for å kunne jobbe på en mer systematisk måte i kommunehelsetjenesten med dette i årene framover, ikke minst med tanke på at en større del av helseutfordringene skal løses på det nivået. I tillegg foreslår Høyre og Fremskrittspartiet at en får en gjennomgang av DRG-systemet, og ikke minst at en får etablert en fornyet og forbedret godkjenningsordning for private tilbud i Da har representanten Kjønaas Kjos tatt opp de forslag hun refererte til. Høyre mener at Vinmonopolet er
Høie har tatt opp de forslagene han refererte til. Stortinget behandler i dag for første gang en helhetlig melding om pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten. Dette er et viktig og vanskelig område – viktig fordi høy kvalitet og høy sikkerhet forebygger mye lidelse, vanskelig fordi vi vet det er mange uheldige hendelser i helsetjenestene. Allerede i 2003 utarbeidet professor Peter F. Hjort en rapport om omfanget og viste at uheldige hendelser i helsetjenestene sannsynligvis fører til 2 000 dødsfall årlig, og at 15 000 pasienter får varige skader. Dette er svært alvorlig, særlig fordi undersøkelser viser at mye kan forebygges ved enkelt og systematisk arbeid. Regjeringen vil ha åpenhet om kvalitet og pasientsikkerhet. I løpet av 2010 og 2011 har derfor alle norske sykehus kartlagt omfanget av pasientskader. Vi finner at ca. 16 pst. av pasientoppholdene og for mange førte dette til forlenget sykehusopphold eller det fikk alvorlige konsekvenser. De vanligste årsakene er sykehusinfeksjoner og feil legemiddelbruk. For å bli bedre må vi lære av feil og lage trygge systemer rundt arbeidsoppgavene. Åpenhet om uheldige hendelser og pasientsikkerhet kan være skremmende. Det samme sykehuset som skal hjelpe oss, kan være stedet vi får en skade. Utfordringene er like i alle vestlige land, selv om helsetjenestene organiseres forskjellig. Stortingsmeldingen presenterer regjeringens tiltak for bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Bedre samhandling med pasienter og deres organisasjoner er nødvendig. Brukerne vil ha mer informasjon og bedre koordinering mellom tjenestene. Derfor vil vi utvikle nettstedet helsenorge.no, og vi vil foreslå endringer i helselovene og utvikle mål for pasientenes erfaringer. Videre vil vi endre systemer for å bedre kvaliteten – bl.a. vil vi se på om stykkprisdelen av sykehusfinansieringen skal bortfalle ved pasientskade. Vi vil også lage en forsøksordning som premierer sykehusene med den beste kvaliteten, og vi skal lage en bred utredning om hvordan samfunnet bør følge opp alvorlige hendelser i tjenesten. Vi er nå inne i tredje året av pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender». Kampanjen har beskrevet konkrete forbedringstiltak på elleve innsatsområder. Både sykehus og kommuner deltar. Per i dag er 52 kommuner aktive i kampanjen. De har særlig arbeidet med legemiddelbruk i sykehjem. Kampanjearbeidet videreføres nå i et nytt, femårig nasjonalt program for pasientsikkerhet. Denne meldingen forsterker et viktig arbeid som vil redde mange liv. Deler av jobben er vanskelig, men mye er også lett. Alle vet at god håndhygiene forebygger sykehusinfeksjoner. Likevel svikter det for ofte. Norske sykehus snakker foreløpig ikke om en nullvisjon for sykehusinfeksjoner, men Google-søk på «sykehusinfeksjon og nullvisjon» viser at mange sykehus i Europa og USA våger å ha en nullvisjon – og får gode resultater. Hvilket sykehus blir det første i Norge som Jeg er overbevist om at denne stortingsmeldingen ville gledet professor Peter F. Hjort. Han var en foregangsmann for pasientsikkerhet i Norge og en inspirator. Jeg hadde gleden av å ha flere samtaler med ham om saker vi behandlet tidlig i denne stortingsperioden. Han la avgjørende vekt på læring som virkemiddel og arbeidet for den endring av meldeordningen som regjeringen har gjennomført. Til avslutning: Stortingsmeldinger har ikke dedikasjoner, men en stor takk fra Stortingets talerstol til Peter F. Hjort for hans arbeid er på sin plass.

Nettopp derfor er det faktisk gledelig at denne stortingsmeldingen omsider har kommet. Derfor skal vi i dag også koste på oss, synes jeg, å understreke at alle partier i denne sal erkjenner at noe må gjøres, og mange forslag fremmes også i denne saken. Det at vi også har andre løsninger i tillegg, er noe mer utålmodige og ikke minst ønsker mer handlekraft, er ikke til forkleinelse for de forslag for de forslag og de ting som gjøres i meldingen, og det gis honnør for det. Vanligvis beskyldes opposisjonen for å gi et bilde av norsk helsevesen som ikke er riktig. Derfor er det veldig bra at denne meldingen inneholder en situasjonsbeskrivelse som bekrefter det de som jobber i helsevesenet, tilsynsmyndigheter, presse og ikke minst opposisjonen, har hevdet. Vi kan bl.a. lese: «Selv om norske helse- og

og uheldig legemiddelbruk er de vanligste årsakene til pasientskader. De nasjonale pasientundersøkelsene viser at pasientene gir dårlig skår på områder som ventetider, informasjon og koordinering mellom tjenestene. Tilsyn tyder på at det er mangelfull kvalitetsstyring og kontroll og at arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet er for dårlig i ledelsen. Det er behov for å utvikle systemer og kulturer for å lære av feil. Det er til dels store variasjoner i tilbudet, i diagnostikk og behandling av like tilstander. Det er behov for mer kunnskap om kvalitet og sikkerhet i tjenesten.» Med den situasjonsforståelsen, som er bra, blir jeg litt skuffet når regjeringens svar er preget av

fra regjeringen når de omtaler borgerlig politikk, noe vi har sett – ikke minst sist helg. Når man i en så viktig sak som denne, i et land med lange helsekøer og lange ventetider, er mer bekymret for en teoretisk mulighet for overbehandling, er det kanskje ikke så rart at vi ikke får gjort noe med helsekøene. Det er dessverre så ille at man gleder seg til valgkampen, hvor man kan fortelle om denne regjeringen som så tydelig understreker at de ikke vil gjøre noe for dem som står i kø. Jeg er ganske sikker på at den kvinnen som har ventet i tre år på å få rekonstruert brystet etter en kreftoperasjon, eller den som har ventet i to år på ablasjonsbehandling, ikke kjenner seg igjen i Arbeiderpartiets frykt for overbehandling i norsk helsevesen. Det kan tidvis se ut som Arbeiderpartiet befinner seg i en helt annen verden, langt borte fra den virkeligheten som mange norske pasienter opplever. Jeg har passert 50 år og er etter hvert blitt en voksen mann. Jeg har, som veldig mange andre i dette landet, veldig mye å takke norsk helsetjeneste for. Uten fremragende fagfolk og en rivende medisinsk utvikling ville ikke jeg fått hjertetransplantasjon, og dermed hadde jeg måttet takke for meg av norske leger og norske sykepleiere, være avhengig av god medisin, innovativ legekunst, forskning osv. blir jeg litt opprørt når deres varselrop blir neglisjert av regjeringen – som man tidvis ser. Jeg skulle funnet meg i det dersom regjeringen bare avviste oss i opposisjonen, men den arrogansen som tidvis vises overfor gode fagmiljøer, opprører meg, og det opprører også norske pasienter og ikke minst norsk helsepersonell. Denne debatten burde handle om konkrete tiltak for å bedre kvaliteten og sikkerheten for pasientene. Det første vi da burde gjøre, er å lytte til alle fagfolkene. Når legene klager på at for stort byråkrati hindrer nødvendig pasientkontakt, bør det tas på alvor, særlig når vi vet at legene i dag bruker 46 pst. av sin tid på aktiv pasientbehandling. Da er det mye å gå på. Fremskrittspartiet står bak ni forslag som ville forbedret denne meldingen, ikke minst gjøre den mer forpliktende. Tidligere har Fremskrittspartiet fremmet en rekke representantforslag som ville bidratt til det samme. Jeg viser til forslagene rundt havarikommisjonen og sterkere pasientrettigheter i den forbindelse. Fremskrittspartiet har også foreslått en total gjennomgang av styringen av sykehussektoren for å kartlegge svakhetspunkter og dermed legge grunnlaget for å sette inn konkrete tiltak nettopp for å rette på denne situasjonen. Også i dag foreslår opposisjonen nye tiltak, og representanten Høie har gått igjennom mange av disse. Et av forslagene som jeg vil trekke fram, er av norske sykehus og en godkjenningsordning av private aktører som skal levere helsetjenester på vegne av det offentlige. Det er to forslag jeg hadde håpet hele denne salen kunne stemt for i dag. Altfor mange nordmenn dør i trafikken. For å forbedre veisikkerheten har man bl.a. satt ned en havarikommisjon med ekspertise som rykker ut ved I 2011 døde 168 mennesker på norske veier. Til sammenligning døde over 2 000 mennesker av uheldige hendelser i helsesektoren – som man anslår kunne vært unngått. Det er altså mer enn ti ganger så mange som i trafikken. Siden 2000 har man gjennom målrettet arbeid klart å redusere antallet drepte i trafikken med nesten 40 pst. Da er et stort spørsmål for meg hvorfor ikke regjeringen ønsker å trekke på de vekslene og de gode erfaringene fra transportsektoren for å bedre læringseffekten i helsetjenesten. Dette er en unnlatelsessynd som jeg tror velgerne kommer til å si klart fra om i september. Noe av det som har gjort mest inntrykk på meg i de årene jeg har sittet på Stortinget, er pårørende som har mistet sin kjæreste som følge av sykehustabber. Representanten Høie var også innom det. Mye tyder på at denne regjeringen ikke har møtt så mange av disse menneskene som jeg hadde håpet, for det hadde måttet få større konsekvenser for regjeringens politikk. En målsetting som i alle fall et samlet storting burde stå bak, er satsingen på et nasjonalt IKT-system som helsetjenesten er pålagt å implementere. Dessverre er det bare Fremskrittspartiet som står bak et slikt forslag i dag. Erfaringene vi har høstet med lokal bestemmelse av denne typen løsninger, har dessverre gitt oss ganske elendige resultater. De mest moderne sykehusene i Europa oppnår 7 – altså det høyeste nivå – på Det er den man fastsetter teknologinivå på IKT i sykehusene etter. Til sammenligning oppnår de fleste norske sykehus mellom 0 og 2 på den samme skalaen. Slik kan det faktisk ikke fortsette. Fremskrittspartiet ønsker en forpliktende plan for innfasing av et nytt og moderne IKT-system for hele helsetjenesten. De forslagene som forkastes av regjeringspartiene i dag, kan og bør bli gjeldende politikk allerede om noen måneder. Skjer det, får vi høyere kvalitet, bedre pasientsikkerhet, reduserte ventelister og raskere behandling. Jeg vil med dette ta opp forslagene fra Fremskrittspartiet. Representanten Per Arne Olsen har tatt opp de forslagene han refererte til. I og med at jeg ikke sitter i denne komiteen, har jeg ikke vært med på arbeidet med verken meldinga eller innstillinga, så dette er

Når spørsmålet er kvalitet, blir svarene som oftest av typen systemer og kulturer, mer helhet og sammenhenger. Det er også situasjonen her, og det er riktig. Men jeg legger også merke til at en understreker at det er mye å hente innen behandlingsmetoder, innenfor både spesialisttjenester og helse- og omsorgstjenester. Her kan vi bli bedre både kvantitativt og kvalitativt. Det er et viktig poeng. Jeg er også glad for at meldinga så klart understreker at disse tjenestene må bli mer pasient- og brukerorienterte. Hva slags tjenester som skal gis, og på hvilken måte, er oftest en objektiv, faglig sak. Slik sett er det, som det understrekes på en god måte i både melding og innstilling, viktig med de gode samtalene mellom bruker/pasient på den ene sida og fagpersoner på den andre sida.

nettopp dette med å mikse kunnskap og klokskap og mikse teori og praksis. Mye av den kritikken som har kommet de siste åra, bl.a. nå veldig tydelig gjennom Helsetjensteaksjonen, er ikke bare at en er lei av tall, rapporteringer og byråkratisering, men en føler også at en er blitt vist noe for lite tillit og litt for mye mistillit i de systemer og strukturer vi har utviklet de siste åra. Det må vi passe på at vi ikke gjør. Slik sett er det bra at alle parter nå nærmest kappes om å si at vi må ikke dra dette med produktivitet og økonomisk rasjonalitet for langt. Det er viktig også å trekke fram kvalitet, det er viktig å fokusere på effektivitet og dermed løfte opp og fram – og gi tillit til – det gode skjønnet som ligger i det som fagpersoner i helse- og omsorgssektoren utøver daglig rundt omkring på sjukehus og i på sjukehus og i helse- og omsorgstjenestene våre. Det mest lesverdige politisk for meg er nok den diskusjonen som foregår ikke minst i innstillinga omkring det som medlemmene fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, dvs. komiteens flertall, skriver om Høyre. Her er det tydelig at opposisjonen legger opp til at private kommersielle aktører nærmest skal få boltre seg på tilbudssida, mens pasientene, fullfinansiert av det offentlige, tilsvarende skal kunne velge og vrake på etterspørselssida. Snakk om å legge opp til ukontrollert kostnadsvekst, overforbruk og overbehandling. Snakk om å la markedet prioritere framfor politikken og, som jeg var inne det gode faglige skjønnet. Så har Fremskrittspartiet og Høyre dempet det hele noe ned øverst på side 16, der det står at det er «ledig, privat kapasitet» som skal utnyttes. Litt lenger ned står det: «den kapasiteten som finnes». Er det kapasiteten per 1. mai 2013, eller er det den til enhver tid ledige kapasitet som på den måten skal utnyttes? Det er skrevet som om det er status quo når det gjelder omfanget av det private, og at det bare skal utnyttes noe mer, men jeg er sjølsagt overbevist om, akkurat som komiteens flertall, at her legges det opp til en gedigen vekst på den private tilbudssida. Det er vi ikke tjent med. I denne stortingsmeldinga presenterer regjeringa sin politikk for å betra kvaliteten og pasientsikkerheita i helse- og omsorgstenesta. Målet er med. I denne stortingsmeldinga presenterer regjeringa sin politikk for å betra kvaliteten og pasientsikkerheita i helse- og omsorgstenesta. Målet er eit meir brukarorientert helse- og omsorgstilbod, auka satsing på systematisk kvalitetsforbetring, betra pasiensikkerheit og færre uønskte hendingar. Kartlegginga i norske sjukehus viser at rundt 16 pst. av pasientopphalda i Noreg er forbundne med minst ein skade. 9 pst. førte til forlenga sjukehusopphold eller alvorlege komplikasjonar. Dette er høge tal, men det er ikkje grunnlag for å seia at Noreg har fleire eller færre pasientskadar enn land vi kan samanlikna oss med. Vi har eit sterkt utvikla helsevesen, der vi har høgspesialiserte tilbod i verdsklasse, der vi skiftar lunger og syr på nye hjerteklaffar, men det er altså på det banale vi gjerne sviktar. det er altså på det banale vi gjerne sviktar. Det er dei helsetenesteassosierte infeksjonane og uheldig legemiddelbruk som er dei vanlegaste årsakene til pasientskadar. Dette kan førebyggjast. Det er allereie tatt tak i dette rundt om i mange føretak, og med djerve ambisjonar og openheit om dei skadane som skjer. Så det er veldig positivt. Openheit er viktig for å klara å få dette til. Vi må få sterke system og kulturar for å læra av feil. Vi treng ein openheitskultur i helsevesenet, der leiinga går i front. Alle som arbeider i helsevesenet, skal vita at å melda frå om uheldige hendingar eller uheldige rutinar er ønskt åtferd, og det skal ein oppmuntra til. Å melda frå skal ikkje få konsekvensar for helsearbeidarane. Vi må få eit miljø for å læra av feil. Men vi får ikkje ein meldekultur utan at vi har ein generell openheitskultur. Det betyr at tilsette òg må få uttala seg om andre forhold. Eg har fått ein del tilbakemeldingar om saker som tyder på at helsearbeidarar som uttaler seg offentleg eller internt, av og til ikkje føler seg høyrde, og til dels føler seg motarbeidde på arbeidsplassen. At tilsette i helsevesenet fryktar konsekvensar dersom dei deltar i debatten, er ikkje bra, og eg vil vera tydeleg: Norske politikarar kan ikkje tillata, og norsk helsevesen kan ikkje tola, ein slik mangel på openheit. Det er eit leiingsansvar å sørgja for ein sunn grenseoppgang mellom lojalitetsplikta og Innanfor den yrkespålagde teieplikta bør tilsette bli oppmuntra til å delta i det offentlege ordskiftet. I Grunnlova står det at berre «særlig tungtveiende Hensyn» kan tala for å avgrensa ytringsfridomen til nokon, og det gjeld sjølvsagt òg i helsevesenet. Eg trur ikkje at vi får eit optimal pasientsikkerheitsarbeid på norske sjukehus utan leiing på plassen. Eg meiner at det er avgjerande. Det er for det lokale pasientsikkerheitsarbeidet at store sjukehus står utan leiar på plassen. I Arendal har dei sjefane sine i Kristiansand, i Odda er sjefane i Haugesund. Langdistanseleiing er ikkje å føretrekkja når vi skal ha fokus på kvalitet. Vi treng tett dialog og leiarar som kjenner plassen og arbeidarane, og omvendt. Lokal leiing må ha overordna fagleg ansvar, personalansvar og økonomiansvar, og større sjukehusavdelingar må òg sikrast leiing på plassen. Eg trur dette er viktig for Stortingsmeldinga inneheld eit elle melle om å innføra eit nasjonalt forsøk om kvalitetsbasert finansiering. Eg skal vera ærleg å seia at eg var litt skeptisk til dette, men det som er positivt, er at det er eit prosjekt, og det er veldig bra at vi får eit fokus frå innsatsstyrt finansiering til kvalitet. Men det avheng av at det ikkje medfører meir tidkrevjande byråkrati, og at vi får gode måleparameterar. For det er slik med økonomiske incentiv at dei verkar, og vi må få dei til å verka på den gode måten, slik at det ikkje blir ei ekstra straff for dei sjukehusa som verkeleg treng eit løft i kvalitetsarbeidet sitt. Til slutt vil eg retta fokus på kvalitet og pasientsikkerheitsarbeidet i kommunehelsetenesta. Det er mi litle bekymring bekymring at det ofte er sjukehus det er snakk om, men vi må òg ha fokus på kommunehelsetenesta. Stortingsmeldinga omhandlar òg tiltak for betre kvalitet i kommunehelsetenesta. Eg trur at det her er ein del mørketal og eit stort forbetringspotensial. Legevakt var nemnd. Vi kan òg sjå på legemiddelbruk på sjukeheimar, der vi veit det er ein del feilbehandling og til representanten Per Arne Olsen – det finst faktisk overbehandling i norsk helsevesen som vi må begynna å ta på alvor. Heilt til slutt har eg faktisk lyst til å gi ein liten ros til opposisjonen for at dei i fire år, sjølv om vi er ueinige om forslag, har Og eg vil takka pårørandegruppa for etterlatne, som vi har hatt mykje dialog med, som eg meiner må ta mykje av æra for at det i dag ligg til behandling ei stortingsmelding om pasientsikkerheit og auka kvalitet. Kristelig Folkeparti er svært glad for at regjeringen la fram den stortingsmeldingen som vi i dag behandler, om kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten. Meldingen er Kristelig Folkeparti er svært glad for at regjeringen la fram den stortingsmeldingen som vi i dag behandler, om kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten. Meldingen er et resultat av flere år med politisk oppmerksomhet på dette området. Peter F. Hjort gjorde en stor innsats for å vekke den politiske oppmerksomheten. Men jeg vil også berømme de pårørende som har delt sine for å hindre at det samme skal skje med andre. Vi kan være stolt av at vi er blant verdens beste land å bo i, med helsetjenester i fremste rekke. Men vi kan ikke være stolt av uheldige hendelser i helsetjenestene, av pasientskader og dødsfall som skjer fordi systemene er for dårlige, fordi det tekniske utstyret svikter, fordi legemidler brukes feil. Det er svært beklagelig at dødsfall skjer fordi vi ikke evner å lære av våre feil. Slik kan vi ikke ha det. Det må gjøres en innsats på en rekke områder. Kristelig Folkeparti støtter hovedlinjene i stortingsmeldingen, bl.a. å utvikle en mer aktiv pasient- og brukerrolle og større åpenhet. Mye av det vi her snakker om, handler om kultur. Det er et lederansvar å skape åpenhet om uheldige hendelser i sykehus. Først da kan vi lære hvordan vi kan unngå at det skjer igjen. Kristelig Folkeparti foreslår sammen med de andre opposisjonspartiene i komiteen også denne gangen at det opprettes en undersøkelseskommisjon for helsetjenester. Her har vi viktige erfaringer fra havarikommisjonen for transportsaker, der hovedhensikten er å ha en nøytral undersøkelseskommisjon som råd som kan brukes i undervisning og forebygging. Undersøkelseskommisjonen for helsetjenester skal komme i tillegg til det arbeidet Helsetilsynet allerede gjør. Undersøkelseskommisjonen kan også vurdere Helsetilsynets arbeid og rolle i sikkerhetsarbeidet. Kommisjonen skal ikke ta stilling til enkeltpersonells ansvar. Det skal fortsatt være Helsetilsynets oppgave å komme med og ta stilling til eventuelle reaksjoner mot helsepersonell. Videre er det på tide å intensivere arbeidet med pasientsikkerhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Stadig flere oppgaver overføres fra sykehus til kommunene. Det bør derfor utredes å innføre en meldeordning i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Hvor mange sykehus har kun turnuskandidater i akuttmottak og bakvakt tilgjengelig på telefon, og på hvilke vakter? For det andre må vi også tørre å ta diskusjonen om det er tilstrekkelig kompetanse på de sykehusene som har en slik ordning. Erfaringer fra Danmark viser at bakvakt som er tilgjengelig på telefon, kun ble brukt til å konferere med i 6–10 pst. av Pasientsikkerhet i akuttmottakene handler også om tilstrekkelig kapasitet i akuttmottak. Meldinger om pasienter i korridorene, lang ventetid før lege ser til pasienter og opphoping før pasientene overføres til sengepost er alarmerende. Vi ønsker åpenhet om hva som er situasjonen, og tiltak for hvordan vi kan organisere sykehusene slik at pasientsikkerheten ivaretas på en best mulig måte. Det er tverrpolitisk enighet om hovedlinjene i denne meldingen, en enighet om å satse på kvalitet og på pasientsikkerhet. Dette er et langsiktig arbeid som må pågå kontinuerlig, samme hvilke partier som inntar statsrådkontorene.

Pasient- og brukerrettighetsloven sikrer befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet. Vi vet imidlertid at ressurssterke pasienter finner lettere fram i systemet og kjenner sine rettigheter bedre. Vi vet at det er ulikheter også innenfor helse i Norge. Jeg skulle ønske denne problemstillingen hadde blitt drøftet noe Det er nå seks år siden Stortinget behandlet nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller. Pasient – president! Venstre vil ha et mer brukervennlig helsevesen. Da må vi gjøre mer enn å etablere en «heltidskultur». Vi må sørge for mer fleksible turnuser, slik at flere kan jobbe heltid. I tillegg må vi kontinuerlig jobbe for kortere ventelister, både for diagnostisering og behandling. Venstre ønsker at det utarbeides kreftformspesifikke maksimumsgrenser for ventetid, og vil gi garanti for at disse følges opp. Vi vil tillate kveldsåpne poliklinikker og åpne for lengre åpningstider ved sykehusene og gi økonomiske incitamenter for å kutte ventetiden. Kvalitet i helse handler også om å sørge for at vi får et bredere og bedre helsetilbud i Venstre ønsker derfor mer ressurser og økt kompetanse i primærhelsetjenesten, faglig forsterkning av sykehjem og hjemmetjenester og bedre samhandling mellom sykehus, sykehjem og kommunehelsetjenesten. Venstre mener også at det å gi fastlegene et bredere ansvar for å følge pasientene, også ved utskrivning fra sykehus tilbake til kommunen, vil gi økt pasientsikkerhet. Venstre er opptatt av at vi må ha større fokus på at helsepersonell at helsepersonell skal få tid til å drive pasientbehandling. Vi er bekymret over et økende dokumentasjons- og kontrollregime i mange deler av offentlig sektor, også i helsesektoren. Mye tid og krefter går med til administrasjon og byråkrati. Derfor har vi fremmet et forslag i salen i dag om en uavhengig gjennomgang av rutiner og systemer. Vi vil at en kommisjon skal gjennomgå antall resultatmål, lover, forskrifter og regelverk med mål å redusere unødvendig byråkrati i spesialisthelsetjenesten og i kommunale helse- og omsorgstjenester. Jeg tror en slik kommisjon bestående av kompetente personer vil kunne bidra med mye fornuftig, og jeg tror en slik kommisjon vil kunne foreslå viktige forbedringer. Jeg tror vi til nå har vært for opptatt av systemet og for lite opptatt av hvordan aktørene opplever helsevesenet. Spør man hvordan henholdsvis pasienter, leger, sykepleiere og pårørende opplever Helse-Norge, tror jeg mange vil svare at det er for byråkratisk. Jeg mener det er tankevekkende. Dersom helsepersonell bruker noe mindre tid på byråkrati, vil de kunne bruke mer tid på pasienten, noe som igjen vil øke kvaliteten på behandlingen. Jeg mener derfor at vi må tenke igjennom dette hver gang vi foreslår nye rapporteringsrutiner og dokumentasjonskrav. Hver for seg har disse kravene sannsynligvis en god intensjon, men totalt blir det for mye byråkrati. Avslutningsvis vil jeg berømme representanten Toppe for det hun sa om åpenhet og åpenhetskultur. Dette støtter selvsagt Venstre opp om. Helt til slutt tar jeg opp Venstres forslag, som er omdelt i salen, og varsler at vi kommer til å støtte forslagene nr. 1, 2, 3, 6 og 8. Representanten Borghild Tenden har tatt opp de forslagene hun refererte til. Jeg tror presidenten skal ta det som et komplement for at vi er president kan bli pasient. Ja, og da står vi alle rede for å hjelpe til. Jeg vil også få begynne med å takke opposisjonen for at den er en vakthund for pasienter og pasientrettigheter i offentlig og politisk debatt. Det er bra, og det virker til å skjerpe fokuset. Jeg vil også takke de pårørende og pårørendegruppen, og jeg kan forsikre representanten Olsen om at jeg møter mange av dem. Jeg tror ikke vi skal vurdere det slik at ulike holdninger til enkeltspørsmål her baserer seg på at man har ulikt syn på og ulikt møte med den virkeligheten som er der ute. Det har vært noen av de sterkeste møtene jeg har hatt som minister. Dette er en viktig dag. For første gang debatterer Stortinget en stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet, og vi slår alle sammen fast at norsk helsetjeneste er god, innbyggerne har stor tillit, og sterke fellesskapsløsninger i kommuner og sykehus bidrar til gode resultater. Da kan vi ta skritt til å si veldig tydelig at vi skal og vil lære av det som ikke er bra nok, og bruke disse erfaringene og kunnskapen – ikke til å svekke eller bygge ned fellesskapets tilbud, eller svekke tilliten og pågangsmotet hos dem som jobber i sektoren – til å styrke og forbedre kommuner og sykehus. Vi ønsker tre ting gjennom denne meldingen: en mer brukerorientert tjeneste økt satsing på systematisk kvalitetsforbedring bedret pasientsikkerhet og færre uønskede hendelser Jeg tror vi alle står bak dette. Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender ble startet av regjeringen i 2011. Halvveis i perioden viser kampanjen positive resultater. Alle sykehus har kartlagt pasientskader, det har vært en god oppslutning til kampanjens samlinger – jeg har vært på flere av dem enkeltpasienter har fått et bedre liv og unngått skader, og det er forbedring på de utvalgte innsatsområdene. Men dette handler om et langsiktig arbeid for å endre kultur, holdning og innsats ned til minste detalj. Vi har høye ambisjoner: Vi skal legge til rette for enda bedre helse- og omsorgstjenester og styrke pasientsikkerhetsarbeidet. Kvalitetsmeldingen skal bidra nettopp til dette. Vi bygger på det gode arbeidet som er gjort og som pågår, samtidig som vi løfter fram viktige tiltak som møter utfordringene. Jeg er glad for at komiteen slutter seg til tiltakene i meldingen. La meg gjenta de mest sentrale tiltakene vi foreslår: etablere et femårig nasjonalt program for pasientsikkerhet etablere en permanent undersøkelsesenhet i Statens helsetilsyn gjennomføre en bred utredning om samfunnets oppfølging av alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenesten foreslå lovendringer for å styrke brukere og pårørendes rettsstilling i tilsynssaker gjennomføre et nasjonalt forsøk med kvalitetsbasert finansiering i spesialisthelsetjenesten utvikle og publisere flere kvalitetsindikatorer utrede etableringen av et nasjonalt register for den kommunale helse- og omsorgstjenesten En samlet komité slutter seg til målet om en mer aktiv pasient- og brukerrolle. Det er bra, og aller best er dette for pasientene og alle de dyktige som jobber i denne sektoren. Et kjennetegn på god kvalitet er at brukeren står i sentrum skal være åpenhet om kvalitet – også når det går galt. Jeg har en klar forventning til at vi alle er åpne om skader og feil, og at vi systematiserer lærdommen. Så skal vi treffe tiltak for at det samme ikke skal skje igjen. Åpenhet kan virke brutalt, men åpenhet og systematisk kunnskap skaper tillit og trygghet over tid. Åpenhet er bedre enn avsløring. Trygghet for at vi har en av verdens beste helse- og omsorgstjenester er det vi skal streve mot. Kunnskap om kvaliteten og pasientsikkerhet er viktig. Vi må lære av uønskede hendelser for å bedre kvaliteten. En samlet komité er enig med regjeringen om å satse langt sterkere på kvalitetsindikatorer. Dette får betydning på mange felt. Regjeringen vil legge en plan for hvilke områder som skal prioriteres, og legge tydelige føringer for fremdriften i arbeidet med slike indikatorer. Vi kartlegger pasientskader. Melding om uønskede hendelser er nødvendig for å lære av feil og bedre kvaliteten. Vi må videreutvikle meldeordningen til Kunnskapssenteret, og vi vurderer å utvide ordningen til å gjelde hele helse- og omsorgstjenesten. Et første skritt vil være å gjennomføre piloter i enkelte kommuner.

Norge kommer ikke dårlig ut i internasjonale sammenlikninger. Likevel er det hendelser som gjør at pasienter og pårørende har et berettiget krav til at saken blir grundig undersøkt, og at noen blir stilt til ansvar. Samtidig er jeg opptatt av – særlig etter møter med helsepersonell – at løsningene vi velger, ivaretar rettssikkerhet, bidrar til læring og forhindrer unødig oppbygging av byråkrati. Slike løsninger vil gi pasienter trygghet, og det skal gi alle som arbeider i sektoren, en trygghet og en respekt for deres arbeid. Samlet sett skal dette skape forutsetninger for at vi både forebygger uønskede hendelser og lærer av dem når de skjer. Disse temaene er lite egnet for politisk spill, og jeg håper at utvalget vil bidra til mest mulig konsensus om tilnærmingene til dette området. Jeg håper å komme tilbake til nedsettelse av utvalget om veldig kort tid. Vi vet at vi kan gjøre tiltak allerede nå, og det gjør vi. Jeg er utålmodig på dette området. Utrykningsgruppen for alvorlige hendelser erstattes med en egen undersøkelsesenhet i Statens helsetilsyn. Den skal kunne rykke ut på befaring, slik at hendelsen raskt blir mest mulig opplyst. Det skal legges særlig vekt på tverrfaglighet og på å styrke de pårørendes rolle. Læringsaspektet her er viktig. Pasienter og pårørende skal ivaretas på en god måte – også i disse sakene. Vi foreslår lovendringer for å styrke pasienters, brukeres og pårørendes rettsstilling i tilsynssaker. Vi foreslår at pasienter, brukere og pårørende skal få innsyns- og uttalerett i slike saker, og de skal også få informasjon om hvilke tiltak tjenesten vil sette i verk for å forhindre at alvorlige hendelser skjer igjen. Pasientsikkerhetskampanjen har gode midtveisresultater, men vi ser at det tar tid å gjennomføre og forankre slike tiltak. Vi foreslår derfor et femårig pasientsikkerhetsprogram som særlig skal videreutvikle kommuneperspektivet. La meg understreke at et vellykket kvalitetsarbeid forutsetter at vi alle jobber sammen og spiller hverandre gode. Nettopp derfor tror jeg at fellesskapsløsninger er gode for å fremme kvalitet og trygghet. Vi ønsker sykehus og leger som jobber på lag, til det beste for pasienten, uten å måtte konkurrere om ulike stykkprisordninger og uten å måtte konkurrere ute i et skapt marked. De nasjonale myndighetene skal legge til rette for de overordnete rammebetingelsene, men kvalitetsarbeidet må skje ute i virksomhetene, i den daglige innsatsen på arbeidsplassen. Systematisk arbeid med kvalitet og pasientsikkerheten skal være en del av hverdagen til ledere og ansatte i det pasientnære arbeidet, som en del av de daglige rutinene. Da kommer jeg til mitt sluttpunkt: Kvalitet og pasientsikkerhet er og skal i enda tydeligere grad markeres som et lederansvar. Det viser seg igjen og igjen hvor viktig ledelse og medvirkning er for god resultater. Ledelsen har det overordnete ansvaret for å sikre gode og trygge tjenester for pasientene. Systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid må forankres og etterspørres av ledere på alle nivåer, i samspill med alle ansatte. Lederne nærmest pasienten har en nøkkelrolle, og alle ansatte må være med på laget. De må inspireres. Lederen kan ikke vaske hendene til dem som jobber på sykehusene, men vedkommende må inspirere til den kulturen, slik at den er eiet, slik at dette blir en helt naturlig del av den daglige Økonomisk styring og kontroll er en viktig forutsetning for å nå disse målene om bedre kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid. Med økonomisk kontroll kan vi gi innhold og kvalitet på tjenestene enda større oppmerksomhet. Sykehus som er ute av økonomisk styring, tar også fokus bort fra denne typen viktige temaer. Vi ønsker å styre på kvalitet. Vi ønsker i enda sterkere grad å etterspørre resultater på kvalitet i styringsdialogen med sykehusene. Men det gir også et ansvar til oss politikere: Vi må gi sykehus og kommuner ressurser som står i stil med oppgavene. Å øke aktiviteten i sykehusene uten å bevilge penger, slik man gjorde tidligere, var ikke bare negativt for sykehusenes bunnlinjer, men det var også negativt for pasientsikkerhetsarbeid. Avslutningsvis: Jeg har en klar forventning om at stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet vil bidra til å forsterke og videreutvikle tjenesten, slik at pasientene og brukerne får enda bedre tjenester. Det har blitt forsterkede politiske skillelinjer i helsepolitikken den siste tiden. Det er bra for den politiske debatten, men vi skal også sette pris på den politiske enigheten om tiltakene som vi har debattert i dag. Jeg, som helseminister, legger vekt på å følge opp denne brede enigheten. Det blir replikkordskifte.

prematuravdelingen på Rikshospitalet, som i og for seg gir klart uttrykk for at man er bekymret for pasientsikkerheten for de aller, aller minste, altså de for tidlig fødte. Det er et godt eksempel på den type varsler som jeg mener må tas på alvor. Og da tror jeg at vi må kan bidra. Så mitt spørsmål til statsråden er: Hva vil han gjøre for at den type varsler blir tatt mer på alvor og får konkret aktivitet som følge av varslet? Jeg mener at denne typen sak er et eksempel på at ting tas på alvor. Dette er en sak som nå er på fylkeslegens bord, og som tilsynsmyndighetene går inn i for å se på spørsmål knyttet til om lov om helsetjenester er fulgt på ordentlig måte. Det er en sak hvor sykehusledelsen viser til at det er en økning i antall slike barn som blir fulgt opp på Oslo universitetssykehus, på 10–11 pst. Hva skyldes det? Skyldes det at flere barn overlever og kan få oppfølging? Det er også blitt en kapasitetsutfordring. Jeg synes sykehusledelsen svarer på dette på sin måte. Jeg som helseminister kan i alle fall forsikre om at denne saken er det tatt tak i. Sykehuset følger saken opp. Tilsynsmyndighetene følger saken opp. De som har varslet og vært urolige for dette, har hatt et sted å gå. Dette er jo ikke en sak der vi snakker om pasientskade, -feil eller -død – og det skal vi være glade for – men en uromelding. Og at uromeldinger kan bli registrert, tatt opp og fulgt opp, er bra. Sånn skal det
veldig glad for at vi i denne saken ser at det er et bredt politisk flertall bak de tiltakene som regjeringen foreslår. Derfor ble jeg også veldig overrasket da jeg leste Klassekampen på fredag, der statsråden gikk til frontalangrep på kvalitetsportalen NHS Choices og ble skremt av at Erna Solberg hadde besøkt Han sa bl.a.: «Resultatet blir at sykehusene vil blankpolere seg og gjøres om til utstillingsvinduer for å tiltrekke seg flere pasienter.» I stortingsmeldingen som vi i dag behandler, står det: «Det bør gis en samlet presentasjon av et utvalg kvalitetsindikatorer og annen kvalitetsinformasjon for de enkelte helse- og omsorgsinstitusjoner som grunnlag for pasienter og brukeres valg av sykehus og sykehjem, for eksempel etter modell av sykehus og sykehjem, for eksempel etter modell av NHS choices eller Medicares Quality Care Finder.» Hva er det som er så skremmende med denne stortingsmeldingen? Det skremmende er vel snarere at Klassekampen ikke gjengir meg helhetlig, for jeg står veldig inne for det. Og vi har lært fra den modellen å kunne legge ut disse kvalitetsindikatorene. Det som var mitt poeng, er at det som nå skjer i NHS, i det britiske er at sykehusene skal åpne opp til 49 pst., legge ut sin kapasitet til private tilbydere og forsikringsselskaper. I den logikken som da inntrer, blir dette med kvalitet og hvordan man legger seg fram en del av det jeg litt spissformulert kaller en «basar», hvor man får et insentiv til å blankpolere indikatorer for å tiltrekke seg virksomhet også ut fra kommersielle prinsipper. Men selve ideen om legger ut informasjon om ventetider på operasjoner, og også kan legge ut kvalitetsindikatorer innenfor den logikken vårt helsevesen opererer ut fra, er jeg tilhenger av, og jeg står selvfølgelig helt inne for det stortingsmeldingen her legger opp til. Statsråden sa i samme intervju: «Problemet oppstår når økonomiske stimuli gjør det attraktivt for sykehusene å bruke mer tid på overflate enn innhold.» I denne stortingsmeldingen er det også bred enighet om å innføre økonomiske insentiver i kvalitetsarbeidet og belønne de sykehusene som gjør et godt kvalitetsarbeid, eventuelt straffe de sykehusene som gjør det dårlig. Er ikke det også det samme som å innføre økonomiske stimuli for å gjøre seg attraktive for pasientene? Jo, men svaret mitt tror jeg vil være langs de samme baner, noe som ikke overrasker representanten. Det er at å innføre en forsøksordning der man gjør det økonomisk tydelig at det skal føles om man

som under årene hvor Margaret Thatcher var ved makten, stort sett opererte med den samme logikken som vårt helsevesen, men som nå veldig klart legges om, er igjen dette med at det kommer sterke private innslag inn i NHS, kommersielle innslag, som endrer veldig mye av forutsetningene for det å legge ut slik informasjon. For da blir det ikke bare faktainformasjon til pasientene, men det blir også markedsføringsinformasjon fra sykehus som skal tjene

ta byråkratiet ned. Så har jeg igangsatt som ett av mine tiltak overfor sykehusene et prosjekt som følger opp intensjonene i det representanten foreslår. Vi går inn i et representativt antall sykehus og kartlegger rapportering. Er det overrapportering, dobbeltrapportering eller feilrapportering? Som representanten klokt sa: All rapportering har vel hatt en god hensikt i starten, men er i sum blitt for mye. Det gjør vi også i nær kontakt med de ansattes organisasjoner, og så får vi oppsummere det om kort tid, før sommeren,

som har opplevd uheldige hendelser, som er feilbehandlet eller som på annen måte har sett baksiden av helsetjenestene. Det er riktig, som flere har sagt, at å høre deres historier gjør sterkt inntrykk. Feilbehandling handler om sorg, smerte og frustrasjon. Det kan være farlig, og det går på tilliten til helsetjenestene løs. Feilbehandling er selvsagt unntaket, ikke regelen. De aller, aller fleste får god behandling og opplever norske helsetjenester som det de er: noen av verdens beste. Men unntakene må tas på stort alvor. Om det er ett budskap som må henge igjen etter debatten i dag, er det at hele Stortinget tar pasientsikkerhet på stort alvor. For den som blir syk eller kommer til skade av å være på sykehus, er det ingen trøst at han eller hun er en av få. Hovedbildet, at folk møter helsetjenester av høy kvalitet, står ikke, og må aldri stå, i veien for et kontinuerlig arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet.

for at folk skal få de beste tjenestene, og at de skal oppleve at det er trygt å få behandling. Fra Arbeiderpartiets side er vi glad for de tiltakene som skal sikre bedre oppfølging av hendelsene som har ført til pasientskade og uventet død. Vi er også fornøyd med lovendringene som styrker pasientenes og de pårørendes rettsstilling i tilsynssaker. Pasienter og pårørende skal få informasjon. De har krav på at alvorlige saker blir grundig undersøkt, og at feil får konsekvenser. Samtidig må vi sørge for at løsningene vi velger, ivaretar de involvertes rettssikkerhet, bidrar til læring og forhindrer unødvendig byråkrati. Noen ord om fastlegene: Fastlegene er viktige, de er som regel folks første møte med helsetjenestene. I går besøkte jeg Nasjonalforeningen for folkehelsen, som driver Demenslinjen for pårørende. Mange av telefonene handler om frustrasjon i møte med fastlegen. Det handler om kunnskap og empati, men det handler også om riktig diagnostisering. I kommuner med demensteam med lege får 80 pst. av dem som utredes, demensdiagnose, mens bare 42 pst. gjør det når fastlegene utreder. Fastlegene er helt avgjørende for kvaliteten i tilbudet til den enkelte pasient. De er veien inn i spesialisthelsetjenesten og må spille på lag med de offentlige helse- og omsorgstjenestene. Mange er fornøyd med fastlegeordningen, men mange er ikke spesielt fornøyd med sin egen fastlege. Det handler ofte om tilgjengelighet og service: Får jeg time når jeg trenger det, snakker hun med meg, eller ser hun inn i skjermen. Ser hun meg egentlig og forstår hva jeg har behov for? Ser hun hele mennesket? Den nye fastlegeforskriften tydeliggjør kommunens og fastlegens ansvar og definerer noen kvalitetskrav. Det er bra! Økt bruk av selvbetjeningsløsninger og ny teknologi kan være noe av svaret og gi både pasienter og leger en enklere hverdag. Uten en velfungerende fastlegeordning vil vi ikke lykkes i arbeidet med økt kvalitet og pasientsikkerhet. Norske helsetjenester skal ha god kvalitet, være tilgjengelige innenfor en forsvarlig ventetid, og folk skal få hjelp og behandling, uavhengig av bakgrunn og bosted. Vi har i stor grad lyktes med disse målene i Norge. Men våre gode helsetjenester kan bli enda bedre. Ofte handler kvalitet om enkle grep. I merknadene vises det til forsøk med sjekklister for kirurgi, som har vist at man i stor grad kan Å ta i bruk slike verktøy bør være en selvfølge. På andre områder kreves mer – kulturendringer og systemer som gjør at vi lærer av feil. Arbeiderpartiet er opptatt av å utvikle norske offentlige helsetjenester fra å være blant verdens beste til å bli de aller beste. Vi er opptatt av kvalitet og pasientsikkerhet fordi det er viktig for pasienten, ikke som et argument for å erstatte et solid Vi registrerer at pasientskader, sykehusinfeksjoner og feil legemiddelbruk brukes i kampen for kommersialisering av helsetjenestene. Det er synd, for feil er feil. Dem må vi ta, og vi tar dem på stort alvor. Men det er ingenting, absolutt ingenting, som tilsier at det blir flere feil i offentlige helsetjenester enn i private – tvert imot! Våre allerede gode helse- og omsorgstjenester kan bli enda bedre. Jeg er

Men jeg er opptatt av hvem som skal gjøre det, hvem som skal bedre den kvaliteten og sørge for god pasientsikkerhet. De som har det første møtet, er de som kan forhindre infeksjoner og sette i verk gale eller riktige tiltak. Hver dag skjer det feil i norsk helsevesen. Noen feil får små konsekvenser, andre får konsekvenser som er store og dyptgripende for den eller de som er involvert. Det får også konsekvenser for den som gjør feilen. Vi får aldri et helsevesen der det ikke gjøres feil. Det er mennesker som behandler mennesker, ofte i pressede og stressede situasjoner, og vi kan feile. Det må heller ikke skapes frykt for det å feile, sånn at vi lar være å gjøre ting. Alle feil kan imidlertid være god læring, og det kan gjøres bedre neste gang. For å unngå mest mulig av dette er kompetanse og kompetansebygging for ansatte på alle nivåer viktig, fra den ufaglærte assistenten til legen og den som er leder – slik statsråden viste gode eksempler på. Den rød-grønne regjeringen har satset på kompetanseoppbygging og flere hender i arbeid, særlig innenfor de kommunale omsorgstjenestene. Kompetanseløftet 2015 har gitt mange ansatte nytt påfyll, ny kunnskap. Demensomsorgens ABC har styrket kvaliteten til demente, og undervisningssykehjemmene har gitt økt kompetanse i kommunene og styrket hjemmesykepleien gjennom satsing på kunnskap og undervisning, for både i kommuner og på sykehus er pasientsikkerheten og kvaliteten riktig å styrke. Mange kommuner tilbyr ufaglærte opplæring som fagarbeidere, som min egen kommune, Larvik, har gjort gjennom De har utdannet mange til helsefagarbeidere og fått økt kvalitet på tjenesten. MIKS-prosjektet, et annet Larvik-tiltak, rekrutterer blant fremmedspråklige ufaglærte som kan gå inn i TOPP-prosjektet etterpå og bli helsefagarbeidere. På den måten kan kommunene øke kvaliteten i pasienttilbudet og øke antall faglærte på en god måte samtidig.

En slik diskusjon er viktig, men kan fort bli en teoretisk øvelse for de få. Jeg ønsker meg tydeligere pasient- og brukerfokus på rehabiliteringsfeltet. Vi må forstå rehabilitering som et fagfelt som spenner fra hverdagsmestring til høyspesialisert innsats etter skader og sykdommer – som jeg kunne se på Sunnaas sykehus i forrige uke – og som inkluderer rehabilitering av mennesker som sliter med psykisk helse eller har rusproblemer. Jeg vil be Helsedirektoratet ta initiativ til en konsensuskonferanse og etablere et nettverk for rehabilitering,

Samhandlingsreformen har ført til at flere skrives ut fra sykehusene til kommunehelsetjenesten før de er i stand til å klare seg selv. Allerede korte sykehusopphold blir enda kortere, noe som gir kommunene et større ansvar for oppfølging av pasientene. Det er derfor viktig med effektive, gode rehabiliteringstiltak. Ny forskning viser også at eldre med nedsatt funksjonsevne blir rehabilitert raskere på rehabiliteringssenter enn på sykehjem, og det bør få konsekvenser for hvordan kommunene organiserer rehabiliteringstilbudet. Det var et tankevekkende innlegg i VG l7. april som var kalt «Det svarte hullet i helsevesenet», av Lill-Ann Schjelderup og Inger Lise Skaar. De beskriver det «svarte hullet» mellom utskrivning fra sykehuset til tilbakevending til hverdagen, hjem og arbeid. De sier at det som så så fint kalles Samhandlingsreformen, opplevde de på kroppen som en ansvarspulveriseringsreform. De fikk beskjed om at de måtte på sykehjem før de kunne komme hjem. De beskriver i sitt innlegg mange av de forhold som Riksrevisjonen, fagfeltet, Høyre og de andre opposisjonspartiene har påpekt og tatt opp med regjeringen her i Stortinget gang på gang – uten at det har vært til noen særlig nytte. Så i sum er det klart at rehabilitering, tross mange løfter, ikke er blitt prioritert. Høyre mener det er nødvendig med en tydelig politisk styring og øremerking av midler dersom vi skal lykkes med å gi rehabiliteringsfeltet et løft. Det er ikke nok å vise til økte bevilgninger til helseforetakene og håpe at et forsømt område som rehabiliteringsfeltet skal vinne den interne kampen om budsjettkronene. Det er det dokumentert at det ikke gjør. Høyre har derfor i sine alternative budsjetter de siste årene satt av oppimot 500 mill. kr til en opptrapping innen habilitering og rehabilitering og øremerket disse midlene innenfor rammen av bevilgningen til vekst i pasientbehandlingen. Dette er en klar politisk bestilling om at midlene skal gå til de pasientene som trenger det mest. Dersom vi skal gjennomføre en satsing på rehabilitering, må vi være villige til å prioritere dette foran noe annet.
Jeg vil be Helsedirektoratet involvere KS i dette arbeidet. Regjeringens strategi for 2008–2011 på dette feltet la et godt grunnlag for den utviklingen som nå skjer. Gjennom denne strategien iverksatte vi og ga tilskudd til en rekke utviklings- og samhandlingsprosjekter, og det er gjort mye for å øke kompetansen. Vi har fulgt opp strategien med en ny samlet forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator som tydeliggjør ansvar og oppgaver i sykehus og i kommunene. Vi har mange store satsinger som skal bidra til å videreutvikle dette feltet. Selv om mye har Derfor har jeg lansert de fire grepene som jeg mener vil bidra til at vi utvikler et godt fagfelt til å bli enda bedre. Takk til statsråden for svaret. Det var jo en god del selverkjennelse her – at dette feltet ikke har enda bedre. Takk til statsråden for svaret. Det var jo en god del selverkjennelse her – at dette feltet ikke har blitt prioritert, til tross for at man i snart åtte år har hatt et flertallsstyre og har hatt muligheten. Men vi skal la det ligge. Det som er viktig nå, er at vi ser fremover. Jeg synes statsråden her trakk opp en del linjer og hadde en del forslag som er positive. Det er ikke tvil om at det fremdeles står igjen mye før vi er i havn. Jeg kan også nevne at det nå er etablert en ny aksjon, Rehabiliteringsløftet, som fokuserer på rehabilitering, og som forlanger at det nå blir tatt et løft. Jeg synes at de